Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt frem i alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Nils Kristen Sandtrøen på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 2, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet

Moxnes har bedt om ordet. Det gjelder referatsak 308. Den ønsker Rødt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet å behandle etter § 39 annet ledd bokstav c i Stortingets forretningsorden. Begrunnelsen for det er kort fortalt at Telenor vil avslutte vedlikeholdet av kobbernettet fra og med 1. mai. Stortinget må ta stilling til forslaget vårt før vedlikeholdet stanses, noe som vil vil være viktig for mange som da vil miste vedlikeholdet sitt. Derfor ønsker vi å få behandlet saken før 1. mai. Ber noen flere om ordet? Representanten Bjørnar Moxnes sa at også Arbeiderpartiet stiller seg bak dette forslaget, og det gjør vi. Vi anbefaler våre medlemmer å stemme for. for. Senterpartiet stiller seg også bak det forslaget og ønsker å stemme for at det hastebehandles. En kort stemmeforklaring: SV støtter også at vi behandler denne saken raskt. Flere har